Det voteres over lovens overskrift og loven i sin helhet. Rødt har varslet at de vil stemme imot. Lovvedtaket vil bli ført opp til andre gangs behandling i et senere møte i Stortinget. Under debatten er det satt fram i alt to forslag.

Det foreligger ingen forslag til anmerkning. Stortingets lovvedtak er dermed bifalt ved andre gangs behandling og blir å sende Kongen i overensstemmelse med Grunnloven.

Det voteres over lovens overskrift og loven i sin helhet. Rødt har varslet at de vil stemme imot. Lovvedtaket vil bli ført opp til andre gangs behandling i

Det voteres over lovens overskrift og loven i sin helhet. Rødt har varslet at de vil stemme imot. Lovvedtaket vil bli ført opp til andre gangs behandling i et senere møte i Stortinget. Under debatten er det satt fram i alt to forslag. Det er forslag nr. 1, fra Grete Wold på vegne av Sosialistisk Venstreparti, Rødt og Venstre

slik at den omfatter utnyttelse av en person under 18 år i en særlig sårbar «situasjon».» Rødt og Miljøpartiet De Grønne har varslet støtte til forslaget. Bak innstillingen står Arbeiderpartiet, Høyre, Senterpartiet og Fremskrittspartiet. Sosialistisk Venstreparti, Rødt og Miljøpartiet De Grønne har varslet subsidiær støtte til innstillingen. Under debatten er det

Dermed er dagens kart ferdigbehandlet. Forlanger noen ordet før møtet heves? Så synes ikke. – Møtet er hevet.